den gjenværende rekeindustrien i Norge. Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti etterlyser handlekraft fra regjeringen for å sikre viktige næringer i Nord-Norge. Dette medlem mener det er av nasjonal betydning å sikre rekenæringens tilstedeværelse og økonomi i nordområdene. Årlig rekefiske i Barentshavet er under ⅓ av anbefalt TAC på 60 000 tonn. Kombiflåten, som tidligere dannet ryggraden i det norske rekefisket, er i stor grad oppstrukturert på torsk/hvitfisk, og interessen for å fiske reker blant den norske flåten er lav. Dette medfører problemer med å sikre nok råstoff til deler av industrien og kan hindre vekst og ny utvikling i næringa. Dette gjelder særlig en av de to gjenværende industriaktørene, som beskriver situasjonen som Det er behov for umiddelbare tiltak som vil bedre situasjonen for hele rekenæringa både på hav og land.» Arbeidarpartiet og Senterpartiet støttar dette, og eg ber om at det

Jeg har nå sittet og hørt på den ene etter den andre med nordnorsk dialekt, som har vært her oppe og skrytt hemningsløst av regjeringens arbeid med differensiert arbeidsgiveravgift. Jeg hørte sågar representanten Margunn Ebbesen si at næringslivet så optimistisk på situasjonen. Jeg må si at jeg er glad for at det nå ikke skal være møter på Stortinget på en stund, og jeg anbefaler opptil flere representanter å besøke de berørte bedriftene og få kalibrert virkelighetsoppfatningen sin en smule. Så er det flere som har tatt Arbeiderpartiets standpunkt til inntekt for stor støtte til regjeringens arbeid og forslag. Når Arbeiderpartiet i dag stemmer i lag med regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti, er det nettopp fordi vi har fått disse partiene med på flere viktige grep. Jeg vil igjen rose de partiene for å ha gått konstruktivt inn i dette. Det fortjener næringslivet, som er rimelig hardt rammet av dette – ikke minst det at regjeringen nå må ta nye runder i Brussel for å ta i bruk det EØS-rettslige handlingsrommet, som flere har pekt på. Aller tydeligst har NHO pekt på det, og det er en organisasjon som i hvert fall regjeringspartiene bør lytte til. Jeg vil referere litt fra NHOs pressemelding fra tidligere, da denne saken eksploderte i mars: «NHO mener at EUs retningslinjer for regionalstøtte ikke gjør det påkrevet å unnta transportsektoren fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. NHO og landsforeningene innen transport har fått utredet om innholdet i EUs regionalstøtteregler nødvendiggjør den begrensningen som er lagt inn på transport. Konklusjonen er at det ikke er nødvendig.» Så sier NHO videre: «NHO viser også til at norske myndigheter helt frem til 24. februar 2014 var av samme oppfatning, slik det blant annet kommer frem i finansministerens svar Så når representanter for nordnorsk næringsliv nå har gått ut og sagt at de ser litt lysere på situasjonen, er det jo nettopp med bakgrunn i de vedtak som blir fattet her i denne sal i dag, og ikke minst den beskjeden som går til regjeringen om å kvalitetssikre tall og effekter, slik at vi faktisk vet hva slags tiltak som treffer de forskjellige bedriftene. Igjen: Vi er absolutt ikke i mål, og jeg synes faktisk at vi av hensyn til de berørte bedriftene, nå bør konsentrere oss om dem, og prøve å gjøre denne situasjonen så god som overhodet mulig. God sommer!
I går meldte NTB at Jordan stenger grensene sine for flyktninger fra Syria. Vesle Libanon, som er like stort som mitt hjemfylke, Hedmark, og har fire millioner mennesker, har tatt imot over en million flykninger. I Irak, som tar imot mange, er det krig og krise – vi ser det på tv hver dag. Tyrkia har tatt imot mange. Det er situasjonen i disse nærområdene som nå er så kritisk, og fullt ut er sammenlignbar med den situasjonen som var i nabolandene rundt Kosovo, da Stortinget – mot kun Fremskrittspartiets stemmer – den gangen tok imot 6 000. SV har fremmet forslag, som ble nedstemt for noen uker siden, om å ta imot inntil 5 000. Det er heller ikke et høyt tall. SV vi satt i regjering, forslag om å ta imot langt flere enn det denne regjeringen vil ta imot. Denne regjeringen har måttet bli tvunget av stortingsflertallet til å ta imot noen flere. Situasjonen eskalerer for hver eneste dag. Det er dette som er alvoret i denne saken. Flyktninghjelpen ber oss om å ta imot flere. Amnesty har vært ute på plassen her i dag, og stortingspresidenten tok imot beskjed om at vi må ta imot flere. FN sier at vi må ta imot flere. Det er en akutt situasjon, som eskalerer fra dag til dag og fra time til time – og så er representantene fra Fremskrittspartiet opptatt av hva SV gjorde i regjering for flere år siden. Det er ikke det alvor som denne saken fortjener. Dette skjer nå. Norge er et av de rikeste land i verden, vi kan ta imot flere, vi kan hjelpe mer i nærområdene. Forrige gang jeg var oppe her, siterte jeg daværende stortingsrepresentant Inge Lønning fra Høyre, som sa at under Kosovo-krigen var det bare ett parti som hadde samvittighet til å stemme nei når situasjonen var så akutt. Dessverre ser det i dag ut til at det er et flertall i salen som har det. Men jeg ville håpe at presidenten nå kunne bruke sin innflytelse til å formidle det budskapet som ble formidlet ute på Løvebakken for noen timer siden, der Amnesty fortalte hva som skjer i praksis et sted i verden der det er krig og krise, mens vi sitter her i verdens rikeste land og skal vedta et budsjett og altså velger å bruke det handlingsrommet vi har, til å innvilge folk billigere taxfree-kvoter. Jeg

men mange av de små aktørene, som vi nå har reddet med den kontakten regjeringen har hatt inn mot EU. Dem har vi reddet. De får sine gode løsninger i de kompenserende tiltakene som regjeringen har lagt fram i denne proposisjonen. Representanten Kent Gudmundsen har hatt ordet to ganger før og får ordet til

vi har åpnet for mer oppdrettsaktivitet, petroleumstrykket er høyt, og i tillegg har vi gitt grønt lys for mineralsatsing. Så denne regjeringen er villig til å ta landsdelen i bruk – ikke verne den. Vi går fra «ordområdepolitikk» til nordområdepolitikk!

økonomisk hjelp til humanitære formål i Syria og nærområdene. Jeg synes det er helt legitimt å ha ulike meninger og oppfatninger om antall flyktninger fra Syria og alt mulig annet – det er ikke det jeg har problemer med. Det jeg ikke finner meg i, under noen som helst omstendigheter, er å få menneskesynet mitt trukket i tvil av politikere som ikke foretok seg noen verdens ting da de hadde anledning selv. Representanten Andersen var inne på at man er nødt til å ta hensyn til at saken eskalerer og ting utvikler seg raskt. Det er riktig: Konflikten i Syria har utviklet seg fra 2006 og fram til den katastrofen det er i dag, og da hadde jo både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet en mulighet til å bidra og gjøre noe mer. De lot være å gjøre det. Det er et valg de har tatt, det er et valg de må stå for. Men de kan ikke deretter komme og moralisere over andre mennesker og framstille det som om vi er mer opptatt av taxfree-kvoter enn av mennesker som lider. Det er en uverdig måte å debattere på. Så når representanten Andersen sier at hun skjems, så skjønner jeg godt det. Hun har god grunn til det. Representanten Lisbeth Berg-Hansen er i saken om den differensierte arbeidsgiveravgiften og får derfor 3 minutter – hvis det er det som er temaet? Det er det definitivt, president! Jeg var nok litt kjapp med å ønske god sommer i stad, for representanten Margunn Ebbesen fikk meg altså til å ta ordet igjen. Når hun sier at flere blir reddet av den fribeløpsordningen – ja, hvem er det som blir det? Det er jo nettopp det vi mangler kunnskap om. at så godt som hele transportnæringen blir «reddet» – hvis jeg skal bruke det ordet – av den. Nei, sier jeg nå, det blir den ikke, for der er fribeløpet lavere. Dette må vi ha kunnskap om. Et annet eksempel, som ikke har vært nevnt i det hele tatt, er transport på sjø. Der er jo nettolønnsordningen pekt på. Ja, Vi vet at ganske mange av rederiene allerede har nådd taket i nettolønnsordningen. Når ikke det taket blir hevet, ja, så får de jo ingen nytte av nettolønnsordningen – selv om det blir lagt inn mer penger. Men vi vet heller ikke hvem det treffer, og hvordan det treffer. Så ja: Arbeiderpartiet tar bedriftene, næringslivet, på største alvor, og det er nettopp derfor det har vært så viktig for oss å få mer tid til å se på kompenserende tiltak. Men det aller, aller viktigste er å få tatt i bruk det handlingsrommet som faktisk finnes i Brussel, og der ser jeg fram til at regjeringen kommer tilbake hit så snart som overhodet mulig. Da er det jo godt at Brussel ikke tar ferie ennå, der skal det jobbes en måned til. Og vi skal ikke plage statsrådene hit til Stortinget på en stund, så her er det bare å

Jeg har lyst til å sitere Ibsen for representanten Keshvari: Der ute, under det skinnende hvelv, mellem menn det heter: «Mann, vær deg selv!» Her inne hos oss mellem trollenes flokk det heter: «Troll, vær deg selv – nok!» Det er nå engang slik at det er en krise i Syria som har utløst mer enn 6 millioner flyktninger, og 2,5 millioner av de flyktningene er på flukt ute av Syria. Jordan har tatt imot hundretusenvis, og Libanon har tatt imot hundretusenvis. Nå stenger de etter hvert grensene, for de klarer ikke å ta imot flere. Denne regjeringen mener at heller ikke vi kan ta imot flere nå. Vi har ikke råd til det. Jeg vet ikke hvor Keshvari henter sine argumenter fra. Det var ingen borgerkrig i Syria i 2006, men det var det i fjor, allerede da var flyktningkatastrofen verdens største. Da foreslo de daværende regjeringspartiene å øke antallet kvoteflyktninger for å ta imot flere syrere. Det var Fremskrittspartiet som var imot det. Det var Fremskrittspartiet som sørget for at hvis man skulle ta imot 1 000 flyktninger fra Syria, måtte 500 andre flyktninger, som var i nød andre steder i verden, bli igjen der de var, og ikke få lov til å være i Norge. En kritikk av det politiske standpunktet og en påpekning av de menneskelige konsekvensene av Fremskrittspartiets politikk får representanter fra Fremskrittspartiet bare leve med kommer fra denne talerstolen, uten å stå her og spille fornærmet. Det er en ganske rar forestilling vi har vært vitner til i dag, hvor det ene partiet etter det andre har skjøvet retningslinjer fra 2010 og vikarierende argumentasjon over manglende kapasitet i kommunene foran seg, for å dekke over det faktumet at de er imot å ta imot flyktninger, fordi de har gått til valg på en strengere innvandrings-, asyl- og flyktningpolitikk. Dette er jo politikken til Fremskrittspartiet – så enkelt er det. Representanten Keshvari var fornærmet over at Karin Andersen antydet at Fremskrittspartiet var mer opptatt av taxfree og båtmotorer enn av flyktninger. flyktninger. Hvordan kunne Karin Andersen havne i den villfarelsen? Jeg undres. Det kan jo ha noe med at det eneste Fremskrittspartiet har snakket om i hele debatten i dag, og det eneste Fremskrittspartiet har snakket om i alle avisoppslagene om revidert nasjonalbudsjett, er hvilket politisk linjeskifte det er at den rikeste eliten i Norge får billigere 150 hestekrefters båtmotorer, og at resten får en ekstra flaske vin. Representanten Karin Andersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

at når situasjonen i nærområdene blir så vanskelig, er det ikke et valg mellom å hjelpe her eller der, men vi må gjøre begge deler, som både tidligere stortingsrepresentant Inge Lønning og tidligere stortingsrepresentant Per-Kristian Foss så utmerket sa i debatten den gangen. For det er akutt nå, og det blir verre for hver dag som går. Jeg synes det er

er jeg overhodet ikke. Det er en god grunn til at vi er nødt til å se på hva vi har kapasitet til å ta imot. Det jeg reagerer på, er moraliseringen enkelte har drevet med. Det jeg reagerer på, er at man tillegger mennesker andre holdninger og verdier enn det de har. Dersom representanten fra SV ikke har fått med seg noe annet fra denne debatten i dag enn taxfree-kvoter, burde han kanskje ha

til de løpende bevilgningene som regjeringen har gitt til Syria, Sudan og andre katastrofeområder. Det er en betydelig vilje i alle partier til å stille opp, både i nærområdene og hjemme. Det er bare en uke siden Stortinget ga regjeringen i oppdrag å se på vi i fortsettelsen kan bedre situasjonen for flyktningene i Syria, både i nærområdene og her hjemme. Jeg har tillit til at regjeringen vil følge opp det, og jeg er helt sikker på at flertallet her i salen også kommer til å følge det opp. Flere har ikke bedt ordet til sakene nr. 31 og 32. Ingen har bedt om ordet. Komiteen er oppteken av å betra sikkerheita på sjøen og

Når ordninga med utbyting er med i saksframstillinga, er det berre for å forklara kvifor vi tek opp igjen saka. Det er som sagt ein samla komité som fremjar følgjande forslag: «Stortinget ber regjeringen legge frem en sak i løpet av 2014 om bedre sikkerhet på sjøen, herunder en vurdering av påbud om bruk av flyteutstyr og hvordan dette kan gjennomføres.»

ikke tok høyde for den situasjonen som da oppsto og ga et feil flertall i Stortinget, sammenlignet med hva det skulle vært – sånn at man er klar over det. Når vi nå stemmer for det forslaget som ligger i innstillingen, er det mye på grunn av det vi prøvde å bruke den debatten som det ble referert til, til, nemlig å få avklart om forslaget som lå der den gangen, innebar at man skulle vurdere påbud om redningsvest, eller om det gjaldt et pålegg om redningsvest. Nå har vi fått den avklaringen, Dermed stemmer vi for forslaget, så det er en samlet komité som står bak innstillingen.

jeg synes det er veldig svakt at det

Statsråd Monica Mæland vil overbringe ni kgl. proposisjoner

forslag nr. 1, fra Svein Flåtten på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre forslagene nr. 2–6, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 7–11, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet forslagene nr. 12–20, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 21–29 på vegne av Snorre Serigstad Valen på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 30, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av Senterpartiet forslag

Det voteres alternativt mellom forslag nr. 31, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, og forslag nr. 30, fra Senterpartiet. Forslag

frem en sak i løpet av 2014 om bedre sikkerhet på sjøen, herunder en vurdering av påbud om bruk av flyteutstyr og hvordan dette kan gjennomføres.» Det er stor enighet om at vi ikke skal ha noen debatt om dette, men i innstillingen henvises det til den såkalte utbytteordningen, og da

faktisk et rekordstort antall – jeg tror at det i hvert fall siden krigens dager ikke har vært flere nye på Stortinget enn det har vært denne vinteren. Det er mye å gjøre på Stortinget, men kanskje er det ekstra mye å sette seg inn i når man skal finne frem i gangene for første gang, og når man skal lete seg frem til hvordan saksbehandlingen I alle fall: Jeg synes Stortinget har vist seg fra sin beste side ved flere anledninger, og det gleder meg hver gang noen av dere gjør akkurat det fra talerstolen. Vi har et ansvar utover det vår partitilhørighet tilsier, og det ansvaret handler om at vi i hver våre fraksjoner og ved de korsveier vi skal finne frem til løsninger, har en konstruktiv innstilling. Det Det synes jeg vi skal være opptatt av, alle sammen. Det handler om Stortingets rolle i forhold til de andre statsmaktene. Vi har denne vinteren foretatt historiske, vil jeg si, vedtak – og jeg ser på Martin Kolberg, som har vært leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen – i en omfattende runde med Grunnloven. Vi har gjort de største endringene i Grunnloven som kanskje har vært gjort samlet noen gang. Vi har gitt Grunnloven en ny språkdrakt, og vi har gitt den et eget kapittel om menneskerettigheter. Vi står midt i feiringen av Grunnlovens og jeg synes vi alle skal være stolte av det engasjementet som befolkningen i Norge har vist ved jubileet. Det har vært en fantastisk opplevelse for meg, som har vært privilegert og fått lov til å reise og treffe mange i den anledning, men jeg er også sikker på at mange av dere har truffet mange, og at dere får tilbakemeldinger fra publikum, som forteller om et fantastisk engasjement. Jeg synes det er løfterikt, interessant og spennende at nettopp Grunnloven sitter så langt fremme i befolkningens bevissthet og engasjerer så bredt som den gjør. Så vil jeg få lov til å minne om at vi slett ikke er ferdige med grunnlovsjubileet. Mange tenkte kanskje at når vi hadde skrevet ferdig mai måned, var det meste unnagjort. Dette har vært tidenes 17. mai, det er klart, men så var det meste unnagjort. Dette har vært tidenes 17. mai, det er klart, men så langt har vi markert tilblivelsen av Grunnloven. Vi skal ikke glemme at fra 17. mai og frem til 4. november, da den reviderte Grunnloven ble vedtatt i Stortinget i 1814,

den første delen, som kanskje har fremstått litt mer spennende når man var i kamp og skulle skrive grunnlov. Sommeren står for døren. Det betyr møte med organisasjoner. Det betyr ikke at man har ferie til 1. oktober, det er noen som lever i den villfarelse. Jeg understreker at slik er det ikke – det vet jeg at jeg ikke behøver å understreke for dere – men men jeg synes det er viktig at vi møter mange mennesker, og at vi kanskje nettopp tar med oss grunnlovsjubileet i disse møtene og jobber for det som er fremtidsrettet i det, nemlig et levende og dynamisk demokrati, som vi kan være glad for å ha i Norge. Jeg vil også benytte anledningen nå til å rette en takk til de mange som gjør en innsats på jobb i dette huset. Stortinget er et stort og krevende hus, det er mange avdelinger, mange funksjoner. Vi er en krevende flokk å holde styr på, og vi gjør et ganske stort og sammensatt arbeid. Det fordrer et velsmurt maskineri av mennesker og en stor organisasjon rundt oss, og bare en slik votering som vi har hatt nå, fordrer en nøyaktighet og en ordentlighet i arbeidet som det er all grunn til å sette pris på – så herved er det gitt en takk til alle dem som leverer et kvalitativt meget godt arbeid. La meg til slutt – på vegne av meg selv og presidentskapet for øvrig – få lov til å ønske dere en riktig god sommer